Strøm, om midlertidig å fungere som sekretær.

fra representantene Karin Andersen og Lise Christoffersen om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 5. oktober, fra representanten Karin S. Woldseth om permisjon i tiden fra og med 2. oktober til og med 5. oktober, og fra representanten Håkon Haugli om permisjon i dagene 4. og 5. oktober – alle for å delta i Europarådets parlamentariske forsamlings 2012-sesjon, 4. del, i Strasbourg – fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Gunn Olsen fra og med 1. oktober fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Stine Renate Håheim fra og med 1. oktober og inntil videre – fra Senterpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Magnhild Meltveit Kleppa fra og med 1. oktober og inntil videre – fra Høyres stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Sylvi Graham fra og med 1. oktober og inntil videre – fra representanten Nikolai Astrup om foreldrepermisjon i

For Buskerud fylke: Kjell Børre Hansen 1.–5. oktober For Finnmark fylke: Anne Karin Olli 1. oktober–9. november For Hedmark fylke: Frøydis Elisabeth Sund 1.–5. oktober For Hordaland fylke: Roald Aga Haug 1.–17. oktober og Torkil Åmland 2.–5. oktober For Møre og Romsdal fylke: Jon Georg Dale 1.–17. oktober For Oppland fylke: Espen Granberg Johnsen fra og med 1. oktober og inntil videre

Janne Fardal Kristoffersen, Anita Orlund, Bente Stein Mathisen, Kjell Børre Hansen, Anne Karin Olli, Frøydis Elisabeth Sund, Roald Aga Haug, Jon Georg Dale, Espen Granberg Johnsen, Sylvi Listhaug, Afshan Rafiq, Arne Bergsvåg, Lene Vågslid, Knut Gravråk og Aud Herbjørg Kvalvik er til stede og vil Det skal så foretas valg av presidenter og sekretærer. Valget vil bli gjennomført i tråd med Stortingets forretningsordens § 6, andre og tredje ledd. Fungerende president vil da foreslå at vi stemmer på vanlig måte, uten bruk av stemmesedler. Fungerende president ber om forslag på Stortingets president. Dag Terje Andersen. Dag Terje Andersen er foreslått valgt til Stortingets president. – Andre forslag foreligger ikke. Presidenten ber så om forslag på Stortingets første visepresident. Jeg har gleden av å foreslå Øyvind Korsberg. Øyvind Korsberg er foreslått valgt til Stortingets første visepresident. Øyvind Korsberg. Øyvind Korsberg er foreslått valgt til Stortingets første visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Presidenten ber så om forslag på Stortingets andre visepresident. Jeg har æren av å foreslå Per-Kristian Foss. Per-Kristian Foss er foreslått valgt til Stortingets andre visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Presidenten ber så om forslag på Stortingets tredje visepresident. Jeg foreslår Marit Nybakk. Marit Nybakk er foreslå Per-Kristian Foss. Per-Kristian Foss er foreslått valgt til Stortingets andre visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Presidenten ber så om forslag på Stortingets tredje visepresident. Jeg foreslår Marit Nybakk. Marit Nybakk er foreslått valgt til Stortingets tredje visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Presidenten ber så om forslag på Stortingets fjerde visepresident.

Dagfinn Høybråten er foreslått valgt til Stortingets femte visepresident. – Andre forslag foreligger ikke. Det skal så velges sekretær og visesekretær i Stortinget. Presidenten ber om forslag på sekretær. Jeg foreslår Tor-Arne Strøm. Tor-Arne Strøm er foreslått valgt til Stortingets sekretær. – Andre forslag foreligger ikke. Presidenten ber så

Dermed er Norges 157. storting lovlig konstituert. Presidenten foreslår at underretning om dette sendes Hans Majestet Kongen gjennom regjeringens sjef, for at denne kan innhente Kongens bestemmelse om tiden for Stortingets åpning. – Det anses vedtatt. Tidspunktet vil bli Presidenten ber om bemyndigelse til, etter at Stortinget er erklært åpnet, og etter at trontalen og beretningen om rikets tilstand er overlevert, å utbringe det sedvanlige ønske for Kongen og fedrelandet – og anser denne bemyndigelse for gitt. Presidenten ber videre om Stortingets bemyndigelse til å oppnevne en deputasjon på sju representanter til å motta Hans Majestet Kongen ved Stortingets åpning. Denne bemyndigelse anses også for gitt. Som deputasjon oppnevnes Svein Harberg, leder, Kjell Ingolf Ropstad, Åse Michaelsen, Kari Henriksen, Dagrun Eriksen, Henning Skumsvoll og Alf Egil Holmelid. I anledning av Stortingets høytidelige åpning har Oslo biskop innbudt Stortingets representanter til gudstjeneste i Oslo Domkirke mandag 1. oktober, altså i dag, kl. 17. Ønsker noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.

president foreslår at